det forrige storting, Tor-Arne Strøm, om midlertidig å fungere som sekretær. Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader: – fra representantene Tove Linnea Brandvik, Håkon Haugli, Line Henriette Hjemdal, Ketil Michael Tetzschner og Anne Tingelstad Wøien om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 66. ordinære generalforsamling i New York – fra representanten Henning Skumsvoll om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 11. november for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Gunn Olsen fra og med 1. oktober og inntil videre – fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Per Sandberg fra og med 1. oktober og inntil videre – fra representanten Arve Kambe om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. oktober – fra representanten Hilde Magnusson om velferdspermisjon i tiden fra og med 1. oktober og inntil videre – fra representanten Irene Johansen om – fra representanten Lise Christoffersen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. oktober, fra representantene Karin Andersen, Sylvi Graham, Geir Pollestad, Anette Trettebergstuen, Øyvind Vaksdal og Karin S. Woldseth om permisjon i tiden fra og med 3. oktober til og med 7. oktober og fra representanten Ingjerd Schou om permisjon i tiden fra og med 4. oktober til og med 7. oktober – alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings fra henholdsvis representanten Ine M. Eriksen Søreide om permisjon 3. oktober og fra representanten Svein Roald Hansen om permisjon 3. og 4. oktober – begge for å delta i møte i COSAC i Warszawa Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Første vararepresentant for Hedmark fylke, Frøydis Elisabeth Sund, befinner seg for tiden utenlands og er av den grunn forhindret fra å Fra første vararepresentant for henholdsvis Buskerud fylke, Kjell Børre Hansen, for Hordaland fylke, Torill Vebenstad, og for Rogaland fylke, Tina Bru, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under henholdsvis representanten Lise Christoffersens permisjon fra 1. til 6. oktober, Tove Linnea Brandviks permisjon fra 1. til 3. oktober og Arve Kambes permisjon i tiden 1.–4. oktober, av velferdsgrunner.

Tor Sigbjørn Utsogn, Nina Mjøberg, Roald Aga Haug, Rune Bakervik, Johannes Rindal, Afshan Rafiq, Karin Yrvin, Terje Halleland, Magnus Skretting, Lene Vågslid og Stein Erik Lauvås er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets Fungerende president vil foreslå at vi stemmer på vanlig måte uten bruk av stemmesedler. – Det anses vedtatt. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Jeg tillater meg å foreslå Dag Terje Andersen. Dag Terje Andersen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Dagfinn Høybråten. Dagfinn Høybråten er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær. Jeg foreslår Tor-Arne Strøm. Tor-Arne Strøm er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil bli kunngjort senere. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. Denne bemyndigelse anses for gitt. Som deputasjon leder, Jon Jæger Gåsvatn, Thor Erik Forsberg, Wenche Olsen, Vigdis Giltun, Freddy de Ruiter og Ingebjørg Godskesen. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo domkirke mandag 3. oktober kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves?